til utdanningsvilkåret på overgangsstønad, andre krav der, enn det er på arbeidsavklaringspenger, enn det er hos dem som får utdanning som tiltak? Der er det jo strengere vilkår nettopp fordi man skal hjelpe folk raskt tilbake i arbeid. Hvorfor skal ikke det også gjelde dem på overgangsstønad? Jeg tenker at de de stønadene ikke er sammenlignbare, og det er fordi det er andre målgrupper som går på arbeidsavklaringspenger. Der er helse et eksempel som man på en annen måte er nødt til å ta utgangspunkt i. Det er lite hensiktsmessig at en som har vært sykmeldt og mottatt arbeidsavklaringspenger på grunn av en skulderskade, skal bli langtransportsjåfør, f.eks. Derfor må man tenke hensiktsmessighet på et annet vis. Jeg frykter at en sånn formulering som nå foreslås, vil gjøre systemet mer rigid og vil hindre at aleneforsørgere f.eks. vil ha mulighet til å ta en nødvendig omskolering for å kunne få et arbeid som lar seg kombinere med livssituasjonen som som aleneforsørger. Jeg takker for svaret. Formålet med disse ulike ordningene er jo at folk skal hjelpes tilbake i arbeid så raskt som mulig, og da er det viktig at Nav er gode til å veilede, men også at man sikrer at den utdanningen man eventuelt har, er relevant for å kunne få seg jobb så raskt som mulig. Et annet spørsmål er hvorfor man er imot det vi gjør når det gjelder utenlandsopphold. Tenk deg at du er en enslig forsørger og jobber 100 pst., da har du ikke mulighet til å reise utenlands i seks måneder. Balanserer ikke forslaget fra regjeringen om kontrollmuligheter og det faktum at man burde være i Norge for å bli fulgt godt opp av Nav, nettopp hensynet til til den muligheten de aller fleste andre har til å reise utenlands i forbindelse med ferier på en ganske god måte? Først må jeg si at vi er enig i at overgangsstønaden skal bringe folk raskt inn i arbeid, men da må det også være muligheter for trygg jobb som man kan stå i. Da tenker vi at veiledningsplikten til Nav er tilstrekkelig og god med tanke å kunne hjelpe den som skal kvalifisere seg til kunne hjelpe den som skal kvalifisere seg til å få en jobb som man kan kombinere med livssituasjonen og med arbeidsmarkedets behov. Det er mange som har en jobb og er utdannet som én ting og jobber innenfor brede sektorer. Jeg ønsker ikke å begrense folks utdanningsvalg på et sånt vis. vis. Så mener jeg at det er tydelige inngangskrav for stønaden og at det er aktivitetsplikt med sanksjonsmuligheter, det at man må stille opp hvis man blir kalt inn til møte, man må være i aktivitet. I de få tilfellene der man kan leve opp til aktivitetsplikten og være i utdanning f.eks. i tilknytning til foreldrepenger, så bør det gå an.

er omme. Jeg synes saksordføreren på en glimrende måte redegjorde for sakens innhold, men jeg har likevel lyst å komme med noen få betraktninger rundt det. Hele hovedformålet med den saken som er lagt frem, og som behandles her i dag, har to klare innretninger: For det første er det for å stimulere stønadsmottakerne til på en raskere og mer effektiv måte å komme i arbeid. i arbeid. Det andre er å forenkle regelverket og gjøre bestemmelsene mer forståelige og lettere tilgjengelige for dem som skal bruke dem. Det mener jeg er to gode hensyn som man bør ivareta i lovgivning. Jeg er glad for at det er bred støtte til de aller fleste av de forslagene som er lagt frem her i dag, for hele målet jo være at folk

gjør det enklere og bedre å komme inn i arbeidslivet og oppleve den friheten. Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen mener det er et av de viktigste grepene man kan ta for å forhindre at familier blir lavinntektsfamilier, og at unger vokser opp med lav inntekt og i fattigdom. Derfor synes jeg også det er bra at man nå reduserer muligheten for å ta med seg overgangsstønaden til utlandet i seks måneder, og at man reduserer det til seks uker. Hvorfor er det bra? Jo, det er bra av to grunner. Det er bra fordi det gjør det enklere for Nav å drive tettere oppfølging med yrkesrettet aktivitet for den enkelte, f.eks. en som enslig forsørger til ett barn, og som skal tilbake til arbeidslivet. Det er lettere for Nav i Verdal å følge opp vedkommende hvis vedkommende er i Verdal og ikke i Paris. Da er det lettere å drive yrkesrettet opplæring og oppfølging på en god måte. Samtidig gir det klarere vilkår for å sjekke og kontrollere at vilkårene for ytelsen er oppfylt. Det synes jeg er bra, når vi for en tid tilbake så at en av de ordningene som ble mest misbrukt, var overgangsstønaden. Jeg ønsker ikke ordninger som inviterer til misbruk, men jeg ønsker ordninger som er gode og godt innrettet for dem som virkelig trenger hjelp til å komme seg tilbake til arbeidslivet, og som trenger de ordningene. Den oppryddingen gjør denne regjeringen nå. jeg ønsker ordninger som er gode og godt innrettet for dem som virkelig trenger hjelp til å komme seg tilbake til arbeidslivet, og som trenger de ordningene. Den oppryddingen gjør denne regjeringen nå. For å være tydelig på det som gjelder aldersgrense: Det vi snakker om, er kun overgangsstønaden. Barnetilsyn vil fortsatt være uberørt av dette. Det vil fortsatt være sånn at man kan få det til det fjerde klassetrinn for ungen. Så la oss ikke det beste virkemiddelet for å unngå fattigdom er å hjelpe folk tilbake til arbeidslivet. Jeg mener det beste virkemiddelet man kan bruke da, er det som denne regjeringen har lagt frem her. Jeg skulle også ønsket at man hadde fått vedtatt å endre aldersgrensen fra åtte år til seks år, nettopp fordi jeg ønsker at folk skal komme raskest mulig inn i arbeidslivet, og at de skal få oppleve gleden og friheten ved å ved å være selvforsørget med egen arbeidsinntekt så raskt som overhodet mulig. Vi må også huske at over 50 pst. av dem som mottar overgangsstønad, har en fot innenfor arbeidslivet og kombinerer det med å være i arbeidslivet. Da må vi legge til rette for at de kan komme raskere inn i arbeidslivet og få økt stillingen sin, sånn at de kan være

minutter. En endring i folketrygdloven under kapittel 15 vil føre til et forenklet regelverk når det gjelder både livsoppholdsytelsen – altså overgangsstønad – og stønad til barnetilsyn. Regelverket vil bli tydeligere og lettere å forstå. Slik det er i dag, er reglene i kapittel 15 vanskelige å forstå for vanlige folk, og de kan være vanskelige å praktisere. praktisere. Formålet er å forenkle regelverket slik at det blir en omstrukturering, og å styrke motivasjonen til å komme seg ut i arbeid. Sett i sammenheng handler dette om å sikre den enslige forsørgeren og barn inntekt i en begrenset periode. Det er en forberedelse til å ta eget ansvar og forsørge seg selv og barn ved egen inntekt. Å komme seg ut i arbeid er den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på selv. Hvis man ser på Rikstrygdeverkets utredningsavdelings rapport fra 2004 om overgangsstønad, kan man merke seg at den prosentvise andelen av de sysselsatte økte i perioden fra 2000 til 2001. Det var økning i inntekt, indikasjon på flere fulltidsansatte og høyere inntekt grunnet fullført utdanning. For mennesker som hadde liten tilknytning til arbeidslivet, innebar det å miste overgangsstønaden at andelen sysselsatte ble fordoblet. Fremskrittspartiet er svært opptatt av at den enkelte skal ha mulighet til å forsørge seg selv, og at hjelpetiltak, som f.eks. overgangsstønad, i en periode legger til rette for at en kan bli selvhjulpet. Selvfølgelig betinger dette et krav om å være i yrkesrettet aktivitet. må, for å oppfylle kravene, enten være i arbeid, være under utdanning, melde seg som arbeidssøker eller etablere egen næringsvirksomhet. La meg understreke: Fremskrittspartiet er opptatt av likebehandling etter regelverket og mener at en naturlig konsekvens vil være å likebehandle samboerskap og ekteskap. Man er ikke fortsatt enslig når man Dermed mener Fremskrittspartiet at stønad skal bortfalle ved inngåelse av samboerskap. I komiteen var det enighet om at det er et viktig demokratisk prinsipp at regelverket skal være enkelt å forstå og forholde seg til. Forenkling vil gjøre det lettere for den enkelte og mindre byråkratisk. Dette er byråkratisk. Dette er ikke til debatten. Jeg vil bare si at ved en inkurie kommer vi til å gjøre noe i voteringen som ingen i komiteen har gitt uttrykk for, nemlig at vi fjerner aldersgrensen for overgangsstønad. Jeg har konferert med de andre partiene i komiteen om dette og vil varsle om at det vil komme en anmerkning til annengangsbehandlingen. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 15 og 16. Etter ønske fra arbeids- og sosialkomiteen

Det anses vedtatt. Første taler er

vedtatt. Regjeringen følger utviklingen på arbeidsmarkedet. Den har gjort det lenge og har hatt jevnlig kontakt med partene i arbeidslivet. Norsk næringsliv møter hele tiden betydelige utfordringer som krever omstilling. Regjeringens mål er å legge til rette for at næringslivet kan utvikle seg. Fornying og nyskaping er nøkkelen til økonomisk vekst. Bakteppet for den økte ledigheten Norge og Europa har vært gjennom i det siste – særlig gjelder det Norge – er en sterkt redusert oljepris, selv om den har steget siden bunnen ble nådd i januar. Den er fortsatt betydelig lavere enn for ett år siden, og den er fortsatt altfor lav til å igangsette planlagte investeringer og framskynde vedlikehold. Det er ventet en betydelig nedgang i oljeinvesteringene i 2015, og selv om 2016 også vil få en nedgang, forventer man en utflating i løpet av 2016 før det kanskje blir en vekst igjen i 2017. Krona har styrket seg i takt med oppgangen i oljeprisen, men den er fortsatt svakere enn i årene etter finanskrisen. Dette – sammen med en noe høyere vekst internasjonalt – vil kunne bidra til økt eksport av varer og tjenester framover, men vil ikke være nok til å motvirke de konjunkturene vi har nå. I mai økte arbeidsledigheten i Norge med 200 personer. Det var betydelig mindre enn man trodde. Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 100 personer. Ved utgangen av mai var 75 000 registrert ledige hos Nav.

Det er en økning på 61 pst. sammenlignet med mai i fjor. Størsteparten av denne økningen har kommet blant ingeniører og sivilingeniører, hvor ledigheten har økt med 143 pst. det siste året. Det er selvfølgelig innen petroleumsfag at økningen har vært størst. Utenom ingeniører og IKT-fag er det meglere og konsulenter og personer med bakgrunn fra industriarbeid som står for den største økningen i ledigheten. Dette er også yrkesgrupper som er påvirket av den urolige situasjonen i oljebransjen. Ledigheten har økt mest i Rogaland, Hordaland og i Vest-Agder. I disse tre fylkene har ledigheten økt med henholdsvis 49, 19 og 16 pst. Til sammen utgjør dette 4 100 personer, som stort sett er i oljerelatert arbeid. Denne saken angår permitteringsregelverket. 4 750 var permitterte i Norge ved utgangen av april – 2 945 av dem på fulltid og 1 805 delvis permitterte. 80 pst. av de permitterte i Norge er menn. Partene i arbeidslivet har tatt ansvar, og jeg vil berømme dem for hvor raskt, konfliktfritt og moderat lønnsoppgjøret i 2015 ble gjort. Umiddelbart etter at det var klart, kom partene i arbeidslivet med en oppfordring til regjeringen om å justere permitteringsregelverket. Jeg er glad for at regjeringen i dag får enstemmig tilslutning fra Stortinget for forslaget om å halvere perioden en bedrift må betale lønn til en ansatt i starten av en permitteringsperiode fra 20 til 10 dager med virkning fra 1. juli, og at perioden en ansatt kan motta dagpenger, øker fra 26 til 30 uker. Jeg mener regjeringen har funnet et godt balansepunkt for å støtte opp under omstillingsbehovet for norsk næringsliv og arbeidsliv, samtidig som man kan korrigere midlertidig markedssvikt gjennom en styrket permitteringsordning. Etter arbeidsgiverperioden overtar staten arbeidsgivers lønnskostnader, men dagpengene er bare 62,4 pst., så det er også en kostnad for den enkelte arbeidstaker. Endrede permitteringsregler sammen med flere tiltaksplasser i revidert budsjett vil bidra positivt. Statsbudsjettet og revidert budsjett har også merknader om at Nav er nødt til særlig å prioritere fylkene Rogaland, Hordaland og Vest-Agder. Samtidig vet vi at en hel rekke andre ting også bidrar til dette, men dette er et svar på selve permitteringsregelverket. framtiden. Avslutningsvis vil jeg takke komiteen for et godt arbeid. Jeg synes det er samarbeid. Mange har over lang tid advart mot tøffere økonomiske tider og stigende ledighet. Den situasjonen vi ser i dag, er ikke noe som plutselig har oppstått, det er en lenge varslet utvikling. Til tross for at regjeringens representanter en rekke ganger både i denne sal og utenfor har sagt at de følger arbeidsmarkedet nøye, og at de er opptatt av å holde ledigheten lav, har de ført en politikk som i stor grad motvirker dette målet. Konsekvensene av regjeringens politikk ser vi i dagens arbeidsmarked. Arbeidsmarkedspolitikken i det vedtatte budsjettet for 2015, med stramme permitteringsregler og et lavt antall tiltaksplasser, har bidratt negativt til den vanskelige situasjonen vi ser på arbeidsmarkedet. Mange ledige kunne fortsatt ha vært i jobb dersom regjeringen på dette området ikke hadde gjennomført sin ideologiske tro på at markedet skal styre. Jeg er veldig glad for at regjeringen endelig snur, men mener at siden man ikke snudde i tide, men ventet for lenge, så må regjeringen også ta et ansvar for de mange som til nå har mistet arbeidet sitt som følge av regjeringens politikk. Motstanden mot å endre permitteringsreglene, som regjeringen har mottatt berettiget kritikk for fra så å si hele arbeidslivet, viser nok en gang en regjering som ikke forstår hverdagen i store deler av næringslivet. Både arbeidsgivere og arbeidstakere – næringsliv over hele landet – har i denne saken pushet på og framhevet at det å bevare kompetansen i bedriftene i nedgangstider er avgjørende for å vinne markedsandeler i oppgangstider. Det bekymrer meg at regjeringen fram til nå ikke har sett denne saken på samme måte, men tviholdt på en endringsmotstand som jeg ikke kan forstå var annet enn ideologisk betinget. Fornuftig var det i alle fall ikke. Derfor er det slik at endringene i permitteringsregelverket som vi endelig behandler her i dag, støttes av et enstemmig storting. De rød-grønne partiene har bedt om denne endringen lenge, og vi protesterte mot den da den kom, fordi vi langt tidligere enn dagens regjering så faretegnene i arbeidsmarkedet. Samtidig ber vi i dag om at regjeringen legger til rette for økt bruk av rullerende permitteringer. Det er kjent at unge mennesker som følge av mindre arbeidserfaring oftere opplever utfordringer i arbeidslivet i nedgangstider. De kan oppleve at manglende ansiennitet medfører at de er blant dem som sies opp først. Av samme grunn er det de unge som oftere også må ta mer av byrdene med å bli permittert. Vi har derfor i denne saken bedt om at regjeringen åpner for et mer rullerende permitteringsregelverk gjennom at det legges til rette for at permittering kan fordeles på flere ansatte innenfor den totale rammen på 10 dagers lønnsplikt og 30 ukers permitteringstid. Det mener vi vil gjøre det enklere å innføre solidariske ordninger som hindrer at de med lavest ansiennitet automatisk er de som må gå først. Et mer fleksibelt permitteringsregelverk kan også bidra til å sikre virksomhetenes kompetanse. Jeg merker meg at et flertall i denne salen i innstillingen kritiserer vårt forslag til løsning for økt adgang til rullerende permittering. Jeg skal ikke gå inn på de tekniske vurderingene og diskusjonene om dette nå. Det som nemlig er politisk sett mest interessant, er at regjeringspartiene og Venstre kritiserer vårt forslag nettopp fordi det visstnok skal være teknisk vanskelig å iverksette, men uten at de selv kommer med egne forslag som kan gi nettopp økt adgang til rullerende permittering. Det mener jeg tydeliggjør at dagens regjering er opptatt av diskusjonen for diskusjonens skyld, uten at de reelt og politisk sett er interessert i å finne løsninger som er tilpasset næringslivets behov. Skal representanten ta opp forslag? Det skal representanten gjøre.

står bak. Saken i dag viser mest av alt én ting, nemlig at regjeringspartiene leverer det vi har lovet. Vi har lovet å følge situasjonen i arbeidsmarkedet og gjør de nødvendige grep når det trengs. For oss i Fremskrittspartiet og Høyre er det viktigste at vi ruster det norske samfunnet godt for Det gjøres ved å sikre en robust og god økonomi og ved at samfunnet får utnyttet sine ressurser på en best mulig måte. Arbeidskraft og menneskelig kompetanse er kanskje våre viktigste ressurser. Derfor er det veldig viktig at vi sørger for at arbeidsmarkedet fungerer godt, og at vi ikke lar det bli ubalanse over tid. Det er derfor vi i Fremskrittspartiet i vårt program lover å justere permitteringsordningene i takt med arbeidsmarkedet. Det er derfor regjeringspartiene følger nøye med og faktisk gjennomfører de nødvendige justeringer i permitteringsordningene, slik vi gjorde i budsjettet, og slik vi gjør i dag. Samtidig må jeg si at jeg er forundret over den etterpåklokskapen som opposisjonen nå viser. Ja, det er lett å si i dag

arbeidskraft til feil steder. Til slutt vil jeg si litt om hvorfor dette er viktig for hele landet. Det er mye snakk om hvordan permitteringsreglene er viktige for den maritime næringsklyngen, og – jeg skal være helt åpen på det – det er jo ikke en næring som står veldig sterkt i mitt hjemfylke. Allikevel er det viktig å huske på at ikke alle virksomheter som opplever vanskeligere tider nå, ligger langs kysten. Også innenlandsnæringer merker at det er trangere tider, og at det kan være vanskeligere å selge varene sine. Derfor er også vi i Hedmark glad for at permitteringsreglene nå blir justert.

justert. Senterpartiet støtter forslagene om å redusere arbeidsgiverperioden fra 20 til 10 dager fra 1. juli 2015, og også endringen som innebærer at retten til å motta dagpenger under permittering øker fra 26 til 30 uker. Det er i samsvar med Senterpartiets alternative budsjett for 2015. Vi mente at det var rett å gjøre dette fra 1. januar, og det det viser seg vel nå at det var et klokt standpunkt. Det er dog bedre å få det nå enn å måtte vente enda lenger, så derfor er det helt naturlig for oss å støtte det. Vi er også med på en felles merknad og et felles forslag med Arbeiderpartiet og SV om å rullere permitteringene, på den måten at f.eks. tre arbeidstakere kan rullere på én permittering, men at arbeidsgiver bare blir belastet med én lønnspliktperiode. én lønnspliktperiode. Det fordrer at arbeidstakerne er enig i det – det er første bud, dvs. at det er en solidaritet og et fellesskap, at en fordeler byrdene. Det en da får igjen, er at det blir ikke bare en bedre situasjon for dem som blir permittert som flokk, for å si det sånn, men det gir også bedriften mulighet til å beholde fagfolk som en kanskje har brukt store ressurser på å lære opp i bedriften – og det er fornuftig og klokt. Det er veldig god begrunnelse for forslaget fra mindretallet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV. Ellers vil jeg bare si at med den situasjonen som vi nå er inne i, hvor det blir et mye mer når en kombinerer det med at det er fri arbeidsinnvandring fra EØS-området, kommer en i stadig større utfordringer, ikke minst gjelder det de som er svake grupper i arbeidsmarkedet, de som ikke har 100 pst. arbeidsevne, men delvis arbeidsevne. Det skal bli veldig krevende nå å følge opp mulighetene for å sikre dem arbeid, og regjeringa har gått ut veldig og sagt at her skal det bli bedre forhold enn de som var under den rød-grønne regjeringa. Det skal bli interessant å se hvilke tiltak en setter inn for å realisere det. For som sagt, fra Senterpartiets synspunkt er det nødvendig å gå fra fri arbeidsinnvandring til regulert arbeidsinnvandring. Det er utrolig viktig at vi har en lav arbeidsledighet, og at vi har en høy sysselsettingsgrad. Det er hele grunnsteinen for finansieringen av våre universelle velferdsordninger, og det må det bli større oppmerksomhet om, ikke minst den høye sysselsettingsgraden som vi har hatt, men som nå faller som følge av endringene i arbeidslivet.

arbeidslivet. Da regjeringen kom på plass i 2013, startet den nærmest med å svekke reglene som gjør at ansatte kunne permitteres i stedet for å miste jobben i usikre tider – de reglene som har sørget for at mange bedrifter nettopp har kunnet beholde verdifull kompetanse i stedet for å De endringene gjorde at mange mistet jobben når bedriftene møtte motgang. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå har snudd i sitt syn. Men det er sent, det er unødig sent, og jeg vil minne om et sitat fra statsministeren etter et møte om statsbudsjettet i regjeringens kontaktutvalg i fjor. fjor. Da var LO-leder Gerd Kristiansen ute med et tydelig budskap om at regjeringen burde endre permitteringsreglene sånn at man unngår oppsigelser i bedriftene. NHO var ute med støtte til budskapet. Men statsminister Solberg sto på sitt. «De som blir oppsagt får arbeid andre steder», sa statsministeren til LO Aktuelt og viste til løpende vurdering av arbeidslivet, og at hun ikke kunne registrere at arbeidsledigheten gikk opp. «Faren er at bedriftene blir sittende med permitterte, som med fordel kan brukes andre steder», mente statsministeren da. Hva ble resultatet? Jo, at bedrifter taper konkurransekraft og produktivitet fordi man må si opp kompetente folk. Så det er ingen skam å snu, men man kommer fortere fram til målet om man snur i tide. Derfor håper jeg også at det er stemning hos flere for å støtte forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV om rullerende permittering. Det handler om en byrdefordeling, som både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har vært inne på, om at det er tungt å være permittert, og det handler også om ungdoms spesielle og sårbare situasjon i arbeidslivet. Vi ser at det er økning i ungdomsledighet, og at for mange i dag står med blikket framover, men uten noe å feste det på. Derfor vil jeg gjenta budskapet om at det er godt at regjeringen har snudd i sitt syn, og så håper jeg at det er mulig å få bevegelse også i synet på rullerende permittering.

stiller seg. Den respekten og den forståelsen skal vi som politikere ha for folk. Den klumpen i magen som mange har, skal vi ta på alvor. Derfor er jeg også enormt stolt over og glad for å tilhøre Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, som tenker omstilling, som tenker: Hvordan skal vi sikre arbeidsplasser og bygge nye arbeidsplasser for Hvordan skal vi sikre at man går over i en omstilling som er bærekraftig, og ikke står igjen i en situasjon der den klumpen i magen skal komme igjen gang på gang? Der har denne regjeringen satt i gang et betydelig arbeid. Jeg må jo si at jeg finner det litt underlig når representanten Trettebergstuen, fra Arbeiderpartiet, si at jeg finner det litt underlig når representanten Trettebergstuen, fra Arbeiderpartiet, sier at det er den ideologiske Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen som kan for den situasjonen på arbeidsmarkedet. På hvilken måte mener Trettebergstuen at denne regjeringens politikk er årsak til den globale situasjonen vi ser, årsaken til at oljeprisen har gått ned? Den sammenhengen klarer ikke jeg å se. Det denne regjeringen også er opptatt av, er omstilling. Vi møter, bl.a. nå denne uken, med næringslivet, der jeg selv var til stede sammen med statsminister, næringsminister, olje- og energiminister og finansminister. Hva sier næringene, i bredt lag, tilbake til regjeringen? De er glade for den politikken og finanspolitikken som føres. Den er riktig posisjonert. Den er med og bidrar til lav kronekurs, som er med på å sikre bedre trygghet for eksportnæringene. Det er bra. Det er med på å sørge for at vi får gjort nødvendig omstilling for å trygge arbeidsplasser. Det kom to hovedkrav underveis fra partene i arbeidslivet. Det ene var å reversere permitteringsreglene. Det andre var flere tiltaksplasser. Denne regjeringen kom med 1 500 flere tiltaksplasser under revidert nasjonalbudsjett. Denne regjeringen reverserte permitteringsreglene, nettopp fordi vi hadde en god dialog med partene i arbeidslivet, noe som viser at trepartssamarbeidet fungerer på en god måte, og man tilpasser virkemidlene til den faktiske situasjonen. Så registrerer jeg også at Arbeiderpartiet kommer med et annet forslag, et forslag Arbeiderpartiet aldri har kommet med før, et forslag som man heller ikke vurderte da man satt i regjering, selv under finanskrisen. Muligens var det fordi det var for administrativt krevende å gjennomføre, og fordi man her i stor grad kan velte kostnadene over på andre, noe som gjør at man ikke nødvendigvis har en provenynøytral ordning. IKT-messige tilpasninger i Nav for å få som gjør at man ikke nødvendigvis har en provenynøytral ordning. IKT-messige tilpasninger i Nav for å få til det er heller ikke hensyntatt. Jeg bare registrerer det faktum. Så registrerer jeg også det faktum at fra 1. januar 2014 har det vært lik arbeidsgiverperiode for helt og delvis permitterte. større grad lagt til rette for at man kan få til gode rullerende permitteringer og fordele det på flere personer, noe som ikke var tilfellet under det gamle regelverket, der det var lengre arbeidsgiverperiode ved permittering på under 40 pst. Så det legges opp til fleksibilitet. Det legges opp til det som partene har gjennom et godt trepartssamarbeid. Man tar situasjonen på arbeidsmarkedet på alvor, og man legger til rette for gode virkemidler for å ruste Norge for fremtiden, for å gjøre den klumpen i magen til folk minst mulig og sørge for at man har gode arbeidsplasser å gå til, ikke bare i dag og i morgen, men også i fremtiden. Det blir replikkordskifte. Jeg ga på ingen måte regjeringen skylden for fallet i oljepris eller den globale situasjonen – overhodet ikke – det jeg gir regjeringen ansvaret for, er replikkordskifte. Jeg ga på ingen måte regjeringen skylden for fallet i oljepris eller den globale situasjonen – overhodet ikke – det jeg gir regjeringen ansvaret for, er at de har møtt advarslene om denne situasjonen og situasjonen med passivitet, med en dårlig arbeidsmarkedspolitikk, med en passiv næringspolitikk, med tiltak for sent. Når det snakkes om at det er ført en god dialog med partene, er det fristende å si at da har i hvert fall regjeringen vært treg i oppfattelsen, for partene i arbeidslivet og næringslivet land og strand rundt har pushet på for endring i permitteringsregelverket helt siden vi gjorde vedtaket som endret det. Det kommer for lite, og det kommer for sent. Konsekvensene har vært for store. Arbeidsfolk fyller nå opp ledighetsstatistikken. Bedriftene mister verdifull og – for noen – helt uerstattelig kompetanse. Er statsråden om at de som nå står i ledighetskøen, fortsatt kunne vært i arbeid dersom regjeringen hadde fulgt oppfordringene fra et samlet arbeidsliv om å beholde permitteringsreglene på samme nivå som under Stoltenberg-regjeringen i 2013? Jeg registrerer den faktiske situasjonen, at arbeidsledigheten begynte å øke våren 2013. Den gikk moderat opp hver eneste måned, også i slutten av den rød-grønne regjeringsperioden. Det Det er et hypotetisk spørsmål representanten tar for seg. Mener representanten virkelig at man er i fullt arbeid når man er permittert? Nei, man er ledig. Man er tilsluttet en bedrift, men mottar ledighetspenger, permitteringspenger – man er ledig. Det betyr at man ikke er i arbeid. Man har ikke vært registrert i statistikken på samme måte, men man er ikke i arbeidslivet.

sak nr. 5. Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av regjeringen. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid,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

Nylig har denne regjeringen lagt frem en folkehelsemelding for Stortinget. I meldingen fremkommer det tydelig at Høyre og Fremskrittspartiet i regjering har et klart mål om å legge til rette for sunn og aktiv aldring. Det berører flere deler av samfunnet vårt. Blant annet betyr dette å legge til rette for at eldre skal ha mulighet til å arbeide lenger. Levealderen har økt gjennom de siste hundre årene, folk har fått bedre økonomi, bedre levekår, bedre muligheter til utdanning og tilgang til helsetjenester. Det er derfor flere som har mulighet til å fortsette å bidra i samfunnet, også etter oppnådd pensjonsalder – og flere ønsker rett og slett å stå lenger i arbeid. Når vi snakker om eldre, snakker vi ofte om eldre pleietrengende med omsorgsbehov og behov for helsetjenester. De friske eldre – de som fortsatt har helsen i behold og vilje, lyst og mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv – har vi lett for å glemme. Det mener jeg vi må få en forandring på. Et bærekraftig Norge får vi når vi tar alle krefter i bruk. Det er også et faktum at det i de kommende årene vil være et økende behov for helsepersonell. Det er derfor viktig å ta i bruk den verdifulle arbeidskraften som en betydelig andel av helsepersonell over 75 år utgjør. utgjør. Jeg synes også det er en stor fordel at flere pasienter vil ha mulighet til å beholde legen sin lenger, legen som har kjent sykehistorien til pasienten gjennom tiår, som kjenner familieforhold og sosiale forhold – og som ikke minst nyter sine pasienters fulle tillit. Mange pasienter vil være fornøyd med å få beholde en trofast, dyktig og faglig fullt oppdatert lege lenger, selv om han eller hun er både grå i håret og født omkring 1940. 1940. Jeg merker meg også at denne aldersgrensen er særnorsk. Den skiller seg ut i europeisk sammenheng. Jeg ser ingen grunn til at Norge, med et stort fremtidig behov for helsepersonell, skal holde seg med slike spesielle begrensninger. Denne aldersgrensen bygger heller ikke på noen dokumentasjon av at eldre leger og annet helsepersonell utgjør en større risiko for pasientene sine enn det deres yngre kolleger gjør. Fremskrittspartiet har lenge vært forkjempere for å fjerne aldersbegrensningen for lisens til leger. Vi fremmet i 2010 et representantforslag om dette. Dette støttes av Legeforeningen, som mener: «Aldersgrense er mindre egnet som virkemiddel for å beskytte pasienter mot dårlig fungerende eldre leger. enten funksjonssvikten skyldes alderssvekkelse, sykdom eller manglende faglighet i yrkesutøvelsen.» yrkesutøvelsen.» Jeg er glad for at vi i dag også tydeliggjør vilkårene for autorisasjon. Autorisasjonsordningen er viktig for å sørge for at vi har autorisert personell i helsetjenestene våre. I dag tar flere utdanning i utlandet, og flere flytter til Norge for å jobbe. Da er det avgjørende at Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, SAK, også utfører et arbeid som i størst mulig grad sikrer at vi får tatt i bruk tilgjengelig kvalifisert arbeidskraft på en ressurseffektiv måte, fordi behovet for helsepersonell vil være økende i fremtiden I dag tar vi et betydelig steg i riktig retning for å gi dyktig helsepersonell muligheten til å stå lenger i arbeid. Det er jeg svært glad for. Helse- og omsorgstjenesten vår må ha befolkningens tillit. Det krever kvalitet, pasientsikkerhet og forsvarlighet i alle ledd. Dette gjelder også

totalt sett vil innebære et stort antall resertifiseringer og derfor være svært krevende og kostbar. Jeg registrerer at samtlige partier i dagens saker vil beholde prinsippet om aldersgrense, selv om en bestemt aldersgrense alltid er krevende, da det alltid er store individuelle forskjeller. Arbeiderpartiet mener en aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon satt på riktig nivå, kombinert med en mulighet for å søke lisens som akkurat ivaretar individuelle forskjeller når man når høy alder – er en ordning som er nødvendig for å oppnå et saklig formål. Samtidig er det en ordning som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor dem som omfattes av den. Det er 15 instanser som går imot forslaget om å heve aldersgrensen til 80 år. Flere av disse instansene mener dagens ordning fungerer godt, og Norsk Sykepleierforbund sier bl.a. følgende: «I en interesseavveining mellom pasienters krav på kompetent og forsvarlig bistand sett opp mot helsepersonells byrde ved å måtte søke lisens, mener vi pasientens interesse må gå foran.» foran.» Det er like viktig for pasientens tillit til det norske helsevesenet å sette aldersgrensen for bortfall av autorisasjon til 75 år som det er for tryggheten for bilister på norske veier å kreve at bilførere over 75 år må ha legeerklæring og søke om å beholde førerkortet. Det framstår derfor som svært merkelig og som en tydelig forskjellsbehandling når regjeringspartiene, Venstre og SV vil ha én regel for å praktisere som lege og en annen for å praktisere som bilfører. Den samme personen vil altså kunne operere en livstruende skadd pasient på en operasjonsstue, men samtidig nektes å kjøre bil. Selv støttet Legeforeningen i 2010 en aldersgrense på 75 år og en praktisk førerprøve for førerkort da aldersgrensen for førerkort ble hevet fra 70 år. For Arbeiderpartiet er det svært viktig å understreke at dagens aldersgrense på 75 år ikke er absolutt og ikke innebærer noe yrkesforbud. Tvert om er det svært gledelig at stadig flere søker om lisens etter fylte 75 år. Eldre helsepersonell utgjør en betydelig ressurs med omfattende og solid helsefaglig bakgrunn og erfaring som bør utnyttes. For eldre arbeidstakere bør terskelen for å delta i arbeidslivet være lav. Derfor ber vi regjeringen se på ordninger for å forenkle prosessen for å søke om forlengelse av helsepersonells autorisasjon etter fylte 75 år. Til tross for store individuelle forskjeller og at den generelle helsen i befolkningen blir bedre, finner ikke Arbeiderpartiet god nok dokumentasjon og sterke nok argumenter for å heve aldersgrensen for bortfall av helsepersonells autorisasjon opp til 80 år. Den generelle aldersgrensen i arbeidslivet er nå 72 år, og helsepersonells særaldersgrense på 75 år er allerede Arbeiderpartiet støtter derfor ikke forslaget fra regjeringen og vil for ordens skyld gjøre oppmerksom på at når det gjelder Prop. 74 L, vil Arbeiderpartiet stemme mot I med unntak av § 74 første ledd. Vi ber derfor om at det voteres særskilt over dette punktet. For øvrig stemmer vi for II, III og IV. Når det gjelder Prop. 99 L, vil Arbeiderpartiet stemme for I

Vi legger til rette for at flere eldre skal kunne fortsette flere år i arbeid. Aldersgrensen har framstått som et signal til helsepersonell som nærmer seg 75 år, om at deres arbeidsinnsats ikke lenger er ønsket. Det er feil signal. Vi trenger dyktige, erfarne fagfolk i helsetjenesten. Leger, sykepleiere og tannleger som har lang fartstid, De gjør en viktig innsats i så måte, og det er ingen grunn til å tro at de ikke fint klarer å kombinere sin lange erfaring med det å oppdatere seg på ny kunnskap. For det andre støtter en enstemmig komité regjeringens forslag til endringer i vilkår for autorisasjon av helsepersonell. Endringene foreslås for å klargjøre vilkårene for autorisasjon, og hele komiteen mener endringene vil kunne bety forbedringer på området. Vi trenger tydelige og gode vilkår for at helsepersonell skal få autorisasjon til å utøve sin profesjon. Det handler om pasientsikkerhet og er viktig for tilliten til helse- og omsorgstjenesten. Men det er også viktig at vilkårene for autorisasjon klargjøres og forbedres for dem som søker. Det er viktig at søkere som har tatt utdanning i utlandet, ikke vurderes strengere enn søkere som har tatt utdanningen sin i Norge. Det er verken helsevesenet eller det enkelte helsepersonell tjent med, særlig når vi vet at vi trenger mange, kompetente helsearbeidere i årene framover i Norge. Videre er det viktig av at vi sikrer at studenter som ønsker å ta utdannelsen sin i utlandet, får god nok informasjon om hvilke krav som stilles for få autorisasjon i Norge. Derfor er vi svært fornøyd med at regjeringen på en god måte presiserer og klargjør vilkårene.

Formålet er å bidra til sikkerhet for pasientene, få god kvalitet i helse- og omsorgstjenestene og ikke minst tillit til at alle som jobber innen helsefaget, har autorisasjon som gis kun ved at en har den kunnskapen som trengs, til enhver tid. Når det gjelder aldersgrense for autorisasjon, er Kristelig Folkeparti opptatt av å tilrettelegge for aktive Det er viktig å sørge for gode ordninger for overgangen mellom full yrkesaktivitet og pensjonisttilværelsen. Vi må legge til rette for at så mange som mulig kan stå lenge i arbeid, samtidig som det er viktig med gode ordninger for arbeidstakere som på grunn av slitasje må trappe ned eller slutte tidligere enn den generelle pensjonsalderen. I dag bortfaller autorisasjon, lisens og eventuell spesialistgodkjenning når helsepersonell fyller 75 år. Ordningen ble innført for å bidra til å ivareta de overordnede hensynene til kvalitet i helse- og omsorgstjenesten, sikkerhet for pasientene og tillit til helsepersonellet. Helsepersonell kan i dag fortsette sitt virke etter fylte 75 år hvis søknaden blir Dagens aldersgrense er ikke absolutt. Helsepersonell over 75 år som har oppfylt vilkårene i søknaden, får forlenget sin autorisasjon. Disse er og vil være en viktig ressurs i den norske helsetjenesten, som det allerede er blitt påpekt. Kristelig Folkeparti kan ikke se at dagens ordning er til hinder for at helsepersonell kan fortsette å drive organisert pasientrettet virksomhet, og har svært vanskelig for å se at dagens ordning oppfattes som et yrkesforbud, slik enkelte hevder. Jeg synes også at vi skal være lydhøre for høringsinnspillene fra bl.a. Pensjonistforbundet, Den norske tannlegeforening, Norsk Sykepleierforbund, Norges farmaceutiske forening, KS og Statens helsetilsyn. Samtlige ønsker Samtlige ønsker å videreføre dagens ordning. Tannlegeforeningen påpeker at det er rimelig at helsepersonell kan dokumentere sikkerhet til pasientbehandlingen etter fylte 75 år. Også Statens helsetilsyn vil beholde dagens ordning ut fra hensynet til pasientens sikkerhet. KS mener at dagens dokumentasjonskrav er rimelig ut fra den myndighet og det ansvar som følger av offentlig godkjenning i form av lisens. Vi mener at dagens ordning både tilrettelegger for at seniorer kan være aktive i arbeidslivet og ivaretar hensynet til pasientsikkerheten. Ordningen gir også trygghet til helsepersonell for at de er egnet til å utføre sine viktige oppgaver. Folkeparti ønsker derfor å videreføre den gjeldende autorisasjonsordningen. Når det gjelder saken som handler om å ivareta norske studenter som har tatt utdannelsen sin i utlandet, og andre som har utdanning fra utlandet, ser en det som positivt at en tar i bruk den ressursen og gjør det enkelt og greit med hensyn til hva som kreves for å få autorisasjon – at det blir enda tydeligere.

har ei aldersgrense som ligg over aldersgrensa elles i arbeidslivet, og der ein i tillegg kan søkja om vidare autorisasjon, er ei god og fin ordning. Men vi meiner, i motsetning til regjeringa, at dagens ordning med aldersgrense på 75 år bør vidareførast. Det er mange grunnar til det. Mange høyringsinstansar er positive til å heva aldersgrensa, men det er òg viktige høyringsinstansar som er motstandarar av å endra på dagens lovverk, bl.a. Statens helsetilsyn, Tannlegeforeningen, Sykepleierforbundet, Norsk Radiografforbund, Norges Farmaceutiske Forening og Pensjonistforbundet. Spesielt merkar eg meg at Statens helsetilsyn vil behalda dagens ordning og argumenterer primært ut frå pasientsikkerheit. Eg vil òg visa til at det erfaringsmessig er få som søkjer om å få forlengd autorisasjon, og at dei aller, aller fleste som søkjer, får søknaden sin innvilga. Den generelle aldersgrensa i arbeidslivet er på 72 år, som fleire har sagt, slik at ei særaldersgrense på 75 år ikkje er så mykje å klaga over. Mange land har heller ikkje aldersgrense for helsepersonell, men i staden ulike resertifiseringsordningar, som vi ikkje har i Noreg. Ein kan jo vera på Stortinget i mange år utan å mista autorisasjonen! At vi no i Noreg ikkje har resertifiseringsordningar, meiner eg er endå ein grunn til å behalda aldersgrensa. Eg kan heller ikkje forstå at det skal vera ei stor byrde for helsepersonell å senda søknad om forlenging av lisens etter 75 år to år om gongen fram til 80 år og årleg etter det. Å kalla det for aldersdiskriminering meiner eg er ei overdriving. Så er det eit paradoks at vanlege folk vert pålagde å dokumentera med legeerklæring at dei er skikka til å køyra bil når dei er over 75 år, samtidig som legar skal kunna jobba til dei er 80 år utan å ha sånn dokumentasjon. Kirurgen skal altså kunna operera, men må dokumentera for myndigheitene at han er skikka til å køyra bilen sin heim. Det er altså Høgre, Framstegspartiet, SV og Venstre som i dag støttar dette forslaget. Eg vart noko forundra over argumentasjonen som Venstre gav til kjenne i Dagens Medisin 3. juni i år, der representanten Kjenseth uttalte: «Det er kanskje ikke disse legene som skal stå med skalpellen og være operative i kirurgien, men de kan ha roller som koordinatorer eller få oppgaver der de har direkte pasientkontakt.» Men ein autorisasjon er jo ein autorisasjon. Ein gir ikkje litt autorisasjon eller ein koordinatorautorisasjon. Så eg forstår ikkje den argumentasjonen. Senterpartiet vil svært gjerne ha eldre kirurgar og anna helsepersonell i det norske helsevesenet, men vi meiner at det er ei klok og fornuftig ordning at er ein over 75 år, må ein dokumentera at ein er skikka, på same måten som ein må dokumentera at ein skal kunna køyra bil. Senterpartiet støttar ikkje proposisjonen sitt forslag om å heva aldersgrensa for bortfall av helsepersonells autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning

Saken er at vi står foran en utfordring med mange flere eldre. Særlig fra 2025 får vi en stor vekst i antall eldre over 80 år. I tillegg er vi så heldige i Norge at levealderen har økt betraktelig de siste hundre årene. Vi har fått en langt bedre økonomi, muligheten til å ta utdanning i Norge er svært god, og på den måten er vi så heldig stilt at vi har mange hender og gode hoder over 75 år som har lyst og evne til å bidra. Antallet har ikke vært all verdens stort når det gjelder søknader om å få bidra utover 75 år. Det dreier seg om et par hundre. Utfordringa gjelder ikke bare dem som passerer 75 år, den gjelder også norske kommuner og andre arbeidsgivere som skal tilrettelegge for at personer over 75 år skal kunne bidra. Og vi snakker ikke bare om leger. Dette handler i like stor grad om sykepleiere, som skal kunne bidra i demensomsorg, innenfor aktivitetstilbud o.l. Mange kommuner synes det er riktig at de faktisk har et ansettelsesforhold og ikke bidrar bare som privatpraktiserende. Det er den oppgaven vi skal legge til rette for. Akkurat nå – de neste fem til seks årene – har vi et tidsvindu i norsk offentlig sektor der vi ikke har et enormt press, på verken økonomi eller ansatte, som gjør at vi kan strekke oss både som arbeidsgivere og som arbeidstakere. Heldigvis har vi også en stor gruppe som har vært privatpraktiserende over lang tid, som også kan tilpasse seg og være i et mer arbeidstakerlignende forhold. Jeg ser fram til at vi skal inkludere og integrere eldre arbeidstakere i norsk helsesektor i større grad framover. Jeg tror at mange eldre også ønsker å forholde seg til eldre både leger og sykepleiere. Det er en enstemmig stortingsgruppe i Venstre som bidrar til det flertallet her i dag,

som de egentlig hadde hatt lyst og mulighet til å videreføre. Det er betydelige individuelle variasjoner i aldringsforløpet. Svekkelse av kognitive og fysiske funksjoner kan oppstå på forskjellige tidspunkt i løpet av et yrkesaktivt liv, men risikoen for svekkelse øker jo eldre man blir. Vi blir flere eldre, men vi har bedre helse, og vi lever lenger. Etter min vurdering tilsier den demografiske utviklingen at det ikke er det samme særlige behovet for dagens aldersgrense som da den ble innført i 1980. Levealderen har økt jevnt siden aldersgrensen på 75 år ble innført med legeloven, og eldre holder seg lenger funksjonsfriske. Samtidig bidrar den teknologiske utvikling til at det også er enklere å holde seg faglig oppdatert og følge opp pasienten. For helsepersonell under 75 år er det flere virkemidler som bidrar til å ivareta grunnleggende hensyn til kvalitet, pasientsikkerhet, tillit og forsvarlighet i helse- og omsorgstjenesten. Slike virkemidler er helsepersonellets egne forsvarlighetsvurderinger, tilsynsmyndighetens mulighet til å føre kontroll med helsepersonellets yrkesutøvelse og mulighet til å begrense eller kalle tilbake autorisasjon eller lisens. Etter min vurdering er disse virkemidlene også tilstrekkelige til å ivareta grunnleggende hensyn også med en aldersgrense på 80 år. Jeg har merket meg at mindretallet mener at det er like viktig for pasientenes tillit at autorisasjonsgrensen er på 75 år som det er for bilisters sikkerhet at aldersgrensen for helseattest for fortsatt å kjøre bil er på 75 år. Jeg kan ikke se behovet for identiske aldersgrenser. Det faktum at aldersgrensen for helseattest for bilførere ble hevet fra 70 til 75 år i januar 2013, er nettopp et eksempel på at øvre aldersgrense også heves på andre områder i samfunnet, der dette anses som forsvarlig. Det store flertallet av helsepersonell avslutter pasientrettet virksomhet før de fyller 75 år. Likevel bidrar samfunnsutviklingen, bedre helse i befolkningen og lengre levealder til at en større andel av personellet ønsker å fortsette i yrket. Det er gledelig. Eldre helsepersonell har omfattende og solid helsefaglig kompetanse og erfaringer som kan brukes bedre når de har mulighet og ønsker det. Denne gruppen utgjør i dag en betydelig ressurs og vil i framtiden utgjøre en enda viktigere ressurs for helsetjenesten. Hevingen av aldersgrensen, som komiteen nå foreslår, bidrar også til å oppfylle regjeringens mål om å legge til rette for å styrke eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeids- og i arbeids- og samfunnsliv. Forslaget sender et viktig signal om hvilken rolle eldre bør ha i samfunnet, og senker terskelen for eldre helsepersonell som ønsker å videreføre sin pasientrettede virksomhet. Jeg er derfor veldig glad for at flertallet i komiteen er enig i at bortfallet av aldersgrensen for autorisasjon bør heves til 80 år. I Prop. 99 L er flertallet også enig i de endringene som der foreslås knyttet til autorisasjon for helsepersonell. De foreslåtte endringene er i all hovedsak en videreføring av gjeldende autorisasjonsbestemmelser. Endringene vil presisere og klargjøre bestemmelser og bidra til større forutsigbarhet for dem som søker autorisasjon. Bestemmelsene vil også bli enklere å anvende, og jeg er derfor glad for at en samlet komité slutter seg til de endringene som regjeringen har

på kveld, så jeg skal være ganske kort. Jeg har bare et enkelt spørsmål: Er statsråden for eller imot at det skal være en aldersgrense for bortfall av helsepersonells autorisasjon? Min prinsipielle tilnærming til den type spørsmål er at jeg i utgangspunktet er svært skeptisk til at det i det hele tatt finnes øvre aldersgrenser for deltakelse i arbeidslivet. men jeg mener at den endringen som vi gjør nå, bidrar til at vi i realiteten opprettholder mer eller mindre den samme aldersgrensen som den gangen den ble innført, med en justering som følge av utviklingen i eldres helse og levealder.

forskjellen på en lege og en sjåfør, og er den forskjellen så stor at det kan forklare den forskjellsbehandlingen som nå gjøres? Ja, det er heldigvis stor forskjell mellom en lege og en sjåfør, selv om en lege også kan være sjåfør, og en sjåfør kan være lege. En av de viktigste forskjellene er at vi i helsetjenesten heldigvis har en rekke andre virkemidler også for å fange det opp hvis helsepersonell ikke kan utføre sitt yrke. For den type svekkelser som noen eldre opplever, kan også en 50-åring og en 40-åring oppleve, og det ville vært ganske skremmende hvis vi hadde hatt en helsetjeneste der aldersgrensen var det eneste virkemiddelet vi hadde for å sikre oss at pasienten ikke møtte helsepersonell som ikke kunne utføre yrket sitt. For bilførere er dette en helt annen situasjon, så jeg mener at det ikke er grunnlag for sammenligning. Men det som jeg ser, ser, er at Stortinget nylig har hevet aldersgrensen for helseattest for sertifikat fra 70 til 75 år, så Stortinget har også på det området sett at det er en utvikling i samfunnet som også lovverket bør følge med på. Replikkordskiftet er omme. Flere har ikke bedt om ordet til sakene nr. 19 og 20. Det ringes til votering.

de har

jeg synes det er litt spesielt at vi får kritikk for at ikke vi
tider. Så har man altså

da har du

Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti har varslet subsidiær støtte til forslaget. Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne støtter også forslaget. Slik jeg nå oppfatter det, gjelder det også Sosialistisk Venstreparti. Det vil si at alle stemmer for forslaget. Det vil først bli votert over komiteens innstilling til I, § 10-2 Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot. Det voteres så

helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Christian Tynning Bjørnø på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Christian Tynning Bjørnø på vegne av Arbeiderpartiet Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet

Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Presidenten antar at Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne også her vil stemme imot. – Det bekreftes. Voteringstavlene viste at det var avgitt 84 stemmer for og 4 stemmer mot lovens overskrift og loven i sin helhet. Representantene Hagebakken og Wenstøb har ikke fått avgitt stemme for, er det så? Og det gjelder flere? Da tar vi det en gang til. Det voteres

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil støtte forslaget. Det voteres først over komiteens innstilling til § 4-4 tredje ledd første punktum. Kristelig Folkeparti har varslet at de vil stemme imot.

og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram to forslag. Det er forslag nr. 1, fra Erlend Wiborg på vegne av Fremskrittspartiet forslag nr. 2, fra Kirsti Bergstø på vegne av Sosialistisk Venstreparti Det voteres over forslag nr. 2, fra Sosialistisk Venstreparti.

Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram fem forslag. Det er forslagene nr. 1 og 2, fra Sveinung Rotevatn på vegne av Venstre forslagene nr. 3 og 4, fra Anette Trettebergstuen på vegne av Arbeiderpartiet forslag nr. 5, fra Stefan Heggelund på vegne av Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram i alt fire forslag. Det er forslagene nr. 1–3, fra Christian Tynning Bjørnø på vegne av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti forslag nr. 4, fra Christian Tynning Bjørnø på vegne av Arbeiderpartiet Det voteres over forslagene nr. 2 og 3, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Det voteres over resten av I. Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet har varslet at de vil stemme imot. Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet. Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Under debatten er det satt fram ett forslag, forslag nr. 1, fra Karianne O. Tung på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Lovvedtaket vil bli satt opp til andre gangs behandling i et senere møte i Stortinget. Det foreligger ikke noe referat. Alt før midnatt må vel anses som en bonus. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Det er det ikke. Møtet er hevet.